om statsministerens framleggelse av tall at han «leker med tall uten empiri». Det er ikke noe grunnlag i tallene for at man vil få en bølge om man gjennomfører de lovendringene vi har foreslått. Som UNE-direktøren uttalte i Aftenposten i helga: Det er ingen grunn til å tro at noen De bølgene man har hatt, og som statsråden viste til, er så misvisende som det går an. Den første bølgen som kom da vi satt i regjering, var østeuropeere, som skulle ut i løpet av 24 timer. Vi innførte 24 timers saksbehandling og teltleir og rett ut og tilbake igjen. Det var den bølgen som kom. Den andre bølgen man snakker om, er fordi det er krig i verden. Da kom kom irakere, da kom afghanere. Det er på grunn av krigsbølgene. Det er mulig at denne salen har en litt oppskrudd holdning av hvor viktig man er i forhold til følgene det får rundt omkring i verden av det man vedtar. Men det er faktisk sånn at krig er den største grunnen til at folk havner på flukt. Det er mulig det er en stor overraskelse for denne salen, men sånn er det faktisk. Så til overgangsvinduet. Vi vil ha et helhetlig reglement – vi vil ha et reglement som gjelder alle. Det er UNE som bestemmer hvem det er som skal inn, og hvem det er som skal ut, ikke vi. Men vi vil at det barnefaglige skal tillegges større vekt. Det har vi blitt nedstemt på gang på gang i denne salen. Vi vil ha regler som gjelder alle. Vi vil ikke gjøre sånn som regjeringa gjorde i Maria Amelie-saken, da det var et stort press der ute, det var én person som det var masse oppmerksomhet om – da endrer man reglene som gjelder for fire–fem eller kanskje seks. Vi vil ha regler som gjelder for alle, ikke for enkeltpersoner som er masse framme i media. Vi vil ha de samme reglene som man har i Sverige, der den borgerlige regjeringa gjennomfører akkurat det som vi ønsker. Det har ikke ført til noen bølge, det er ikke noe empirisk grunnlag for å påstå det. Kanskje det jeg er mest skuffet over i debatten sånn som det er i dag, er Senterpartiets stortingsgruppe, som tydeligvis har dolket sin partileder i ryggen. Her syns jeg partilederen burde ha fått rett når hun har uttalt at sakene bør komme på vent til man får det nye regelverket. Jeg håper fortsatt at stortingsmeldinga vil by på noen endringer. Hvis ikke mener jeg at regjeringa tuller med parlamentet. Det bør ikke regjeringer gjøre. [15:58:06]: La meg først få lov til å si til representanten Skei Grande at jeg er uenig med Strand i Dagsavisen når han konkluderer med at Arbeiderpartiet har knyttet seg nesten til høyre for Fremskrittspartiet når det gjelder innvandrings- og integreringspolitikken. Der tror jeg Arbeiderpartiet har en lang vei å gå. Det gjenspeiler også litt av debatten. For det er en viss forskjell på alle de andre partiene og Fremskrittspartiet i disse typer debatter. Når man sier at man enten ønsker amnesti eller ønsker varige endringer, blir resultatet det samme uansett hvilket vedtak man gjør: Man reduserer og svekker asylinstituttet slik at flere får opphold. Og når flere får opphold og asylinstituttet – det norske asylinstituttet – svekkes, må man ikke i dette hus tro at det ikke er et signal til alle de menneskene som er på flukt av ulike årsaker rundt omkring i verden, og derigjennom vil det bli enda mer trykk på norske grenser for å få asyl. Så uansett hva man måtte falle ned på, vil det etter min oppfatning og min erfaring i dette huset svekke asylinstituttet, slik at flere får opphold i Norge. Det er det som er en av de store utfordringene enten vi snakker om barn eller vi snakker om andre grupper. Det er inhumant at 3 800 barn bor på mottak. Det er inhumant at det per 31. desember bor nesten 16 000 mennesker på norske asylmottak. Det er også helt uansvarlig at vi har 18 000 mennesker som oppholder seg her illegalt. Men da må det kanskje komme dem som har hatt politisk vilje til det og et ønske om at sånn skal det være. Det er altså slik at det store flertallet i denne salen har stått samlet om de overliggende linjene i norsk asyl- og integreringspolitikk. Da er det rart at man er så uenig nå, når man innser realitetene og konsekvensene av sin egen politikk. Det er kun det som er realiteten. Det var ikke min intensjon å provosere Heikki Holmås. Jeg tror 100 pst. på Heikki Holmås’ og SVs engasjement, men det ville blitt desto verre, og vi ville hatt større utfordringer og enda flere barn i denne situasjonen hvis SVs innvandringspolitikk hadde blitt vedtatt i sin helhet. Poenget er at vi må slutte å gi flere og flere falske forhåpninger om at de på et eller annet tidspunkt vil få lov til å bo i dette landet. Det er det som er de store utfordringene, og derfor burde det kanskje komme noen flere innrømmelser enn det som nå kommer. Representanten Trine Skei Grande ble ivrig i sitt innlegg og kom med diverse beskyldninger. Det er Representanten Trine Skei Grande ble ivrig i sitt innlegg og kom med diverse beskyldninger. Det er ingen tvil om at Senterpartiet har hatt en lang linje i spørsmålet om barns situasjon i norsk utlendingsforvaltning – vi har en lang historie. Det var Senterpartiet, sammen med SV, som sto bak et Dokument nr. 8-forslag i 2004, for vi ønsket å rydde opp. Det var intensjonen til Stortinget at nå skal vi rydde opp, nå skal vi få fortgang i nå skal vi rydde opp, nå skal vi få fortgang i saksbehandlingen, nå skal vi ikke komme opp i denne type situasjoner igjen. Men dessverre gjorde vi det. Neste gang vi hadde denne type stor sak til behandling i Stortinget, hadde vi erfart at det å gi ensidig amnesti på et visst tidspunkt ikke var noen varig, god løsning. Derfor var vi opptatt av – da jeg fikk saksordførerskapet til denne saken som Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun fremmet – å lage en varig endring i utlendingspolitikken som skulle skape forutsigbarhet for barnefamilier og likebehandling. Venstre – hvis vi går tilbake til debatten om den endringen vi gjorde i utlendingsforskriften – stilte seg fullt og helt bak den innstillingen. Det var André N. Skjelstad som hadde ordet for Venstre i den debatten, og han støttet opp om de endringene som det da ble lagt opp til. Den endringen står fortsatt. Så må vi kunne diskutere her i stortingssalen: Er det nå noen justeringer? Er det noen argumenter som taler for det i dag? Er det argumenter som taler imot det? det? Den debatten må vi gå inn i, for dette er et område som er så viktig at vi hele tiden må diskutere tidligere vedtatt politikk som Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har stått sammen om, og som har gitt en varig endring. Erfaringene fra 2004 er grunnen til at vi ikke stemmer for forslaget til Venstre i dag om å lage en generell regel: Hvis man har vært her i tre år, så skal man få bli. Vi mener at det slår for tilfeldig ut, og at erfaringene fra 2004 ikke er gode. er gode. Erfaringene fra 2007 er mye bedre. Vi laget varige, forutsigbare og gode endringer, og så må man eventuelt diskutere om man skal gjøre justeringer der. Men vi mener at hovedlinjen bør være den som vi la oss på da vi behandlet Dokument nr. 8-forslaget fra Lilletun og Tørresdal. Representanten Heikki Holmås har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Tre momenter vil jeg ta opp helt på slutten av debatten. Det ene er det enkle og litt spesielle ved at Fremskrittspartiet nå tar til orde for, slik som Per Sandberg gjør, at det er «inhumant» at det bor 3 800 barn i asylmottak. Det er «inhumant» at det bor 16 000 mennesker i asylmottak, og så vil han fengsle dem i stedet – ved å putte dem i lukkede mottak. Det er unektelig litt spesielt å høre på

på en litt mer liberal, eller litt mer human linje, mens i andre sammenhenger er vi strengere. Derfor er dette noe vi må bruke som politikk, også for å dreie politikken vår i en mer human retning i noen sammenhenger. Vi mener at det er nødvendig i forhold til barn. Representanten Per Sandberg har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. En kort merknad: Det eneste jeg ønsker å si, er at representanten Heikki Holmås ikke på noen måte har grunnlag for å påstå at Fremskrittspartiet vil ønske å fengsle noen som helst. Det er en usaklig kommentar. Resultatet hadde vært helt annerledes hvis Fremskrittspartiet hadde fått styre norsk asyl- og integreringspolitikk gjennom de ti siste årene. Da hadde vi ikke hatt over 3 000 barn i norske mottak,

debatten. Sandberg kalte innlegget mitt «usaklig». Det er lov. Jeg ønsker ordet til en åpenbar misforståelse. Presidenten tviler på at oppklaringen bidrar til det, men reglementet er at det ikke er flere anledninger etter tre innlegg i debatten. Det fins sikkert andre muligheter. Flere har ikke bedt om ordet i sak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

Det gjør også at saken framstår som litt ryddigere på papiret. Saksordføreren har tatt kritikken, og beklager det sterkt! Saken omhandler lov om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann. Som et hevdvunnet prinsipp er det slik at retten til å drive fiske i utgangspunktet skal tilhøre

på at ikke nasjonalitetskravet til fiskekvoter svekkes. Det er den korte innledningen, og så går jeg ut fra at Fremskrittspartiet vil ta oss gjennom hele saken, siden det er de som står bak forslaget. Jeg tar opp det forslaget som er fremmet av Fremskrittspartiet og Høyre. Da er saksordførerens bidrag til selvkritikk notert, og

Bakgrunnen er enkel. I 2006 endret man loven knyttet til forbud mot at utlendinger driver fiske i Norge etc. Spørsmålet er hvorvidt man skal ha en likebehandling av nordmenn bosatt i Norge, eller om utlendinger skal ha en større tilgang til å fiske og jobbe Det er litt spesielt at i Norge har vi altså laget forskrifter og lover som sier at hvis du kommer over 50 pst.-andelen når det gjelder norsk mannskap på en fiskebåt, og det er behov for f.eks. en stuert og den grensen er oversteget, kan man altså risikere at man ikke får lov til å jobbe på en norsk fiskebåt hvis du ikke er bosatt i en kystkommune. Hvis du altså kommer fra en innlandskommune i Norge, gjelder det andre krav hvis du har lyst til å jobbe på en fiskebåt enn om du bor i en hvilken som helst kommune langs kysten eller i en nabokommune til en kystkommune. Dette er en merkverdig, norsk løsning. Jeg og Fremskrittspartiet mener faktisk enn om du bor i en hvilken som helst kommune langs kysten eller i en nabokommune til en kystkommune. Dette er en merkverdig, norsk løsning. Jeg og Fremskrittspartiet mener faktisk at enten du er bosatt på Hedmarken eller langs kysten, burde du kunne ha de samme mulighetene til å ta deg jobb på en norsk fiskebåt. Det har du ikke i henhold til dagens regelverk. Det som imidlertid er det spesielle med denne saken, er for så

ikke fremmet. Jeg er veldig spent på å høre statsrådens innlegg her, for statsråden gjør akkurat det samme i sitt brev til komiteen. Man henger seg opp i og henviser til at man skal gjeninnføre nasjonalitetskravet. Nei, det er det i så fall regjeringen som ville ha måttet fremme forslag om. For forslaget lyder «ber regjeringen vurdere å fremme forslag», nettopp slik at nettopp slik at enhver borger i Norge skal kunne ha de samme rettighetene til å ta seg arbeid ikke bare innenfor alle andre bransjer en er kvalifisert til, men også innenfor fiskeri. Det er jo litt spesielt at det eneste stedet du ikke kan få lov til å ta deg jobb selv om du er kvalifisert hvis man ikke da etter søknad vel å merke kan få dispensasjon – er på en fiskebåt. I sin ytterste konsekvens kan det altså være en diskvalifikasjon ikke å være bosatt i en kystkommune hvis en tenker på å ta seg jobb på en fiskebåt. Men forslaget som foreligger, er ikke noe annet enn at man ber regjeringen vurdere om det finnes en mulighet til å få på plass en ordning som likebehandler norske borgere. Det er man altså ikke interessert i. Det er svært spesielt. Bostedskravet er et fiskeripolitisk virkemiddel som bidrar til å sikre en sentral fiskeripolitisk målsetting, nemlig at de

Bostedskravet innebærer at fartøyfører og minst halvparten av mannskapet på norske fiskefartøy må være bosatt i en norsk kystkommune eller nabokommune til en kystkommune. Så kan det etter søknad gis dispensasjon for fartøyførere med bosted annet sted i Norge, i øvrig EØS-område, eller i de delene av Norden som ikke er omfattet av EØS. Gjeldende bostedskrav ble innført i 2006. Tidligere gjaldt et krav om at fartøyfører og minst halvparten av mannskapet på norske fiskebåter enten skulle være norske statsborgere eller bosatt i Norge. Endringen i 2006 bidro til å fjerne usikkerheten knyttet til om Norge oppfylte sine forpliktelser etter EØS-avtalen. En enstemmig

Jeg skal ikke bruke mer tid på å drøfte hva representantforslaget går ut på, men vil påpeke at forslaget uansett innebærer en reversering av lovendringen fra 2006. Den gangen forlot vi både norsk nasjonalitet og bosted i Norge som relevante kriterier og erstattet det med bosted i kystkommune eller nabokommune til kystkommune.

som hevder at det nye bostedskravet strider mot EØS-retten, og vurderer nå om det skal åpnes en ny sak mot norske myndigheter på grunnlag av klagen. Det vil være uheldig om norske myndigheter parallelt med dette skulle arbeide for å gjeninnføre elementer av den gamle regelen. Representantforslaget vil både skape større usikkerhet rundt gjeldende og undergrave det viktige arbeidet med å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for mannskap på norske fiskebåter. Derfor er jeg glad for at komiteens flertall ikke vil støtte representantforslaget. Det blir replikkordskifte. Min utfordring til statsråden er

Den ene søknaden kommer fra en person på Hedmarken. Så kommer det to søknader til, én fra Vigo i Spania og én fra en annen kystkommune innenfor EØS-området. Da er mitt spørsmål til statsråden: Er det da slik at for den norske personen må det søkes dispensasjon, og at vedkommende eventuelt kan få avslag, mens de to andre, som da kommer fra utlandet, vil oppfylle kravene til å kunne få jobb på norsk fiskebåt uten å måtte søke? Nå har det ikke vært en situasjon der jeg har fått den problemstillingen på bordet, men jeg legger til grunn at her blir det likebehandling. Bor du i en kystkommune eller nabokommune til en kystkommune, tilhører du én gruppe, er du utenfor, tilhører du en annen gruppe, og må da ha dispensasjon hvis du skal … President, når jeg tenker meg om, må det og må da ha dispensasjon hvis du skal … President, når jeg tenker meg om, må det jo bli motsatt: Du må ha dispensasjon for å få flere utlendinger enn de som kommer fra kystkommune eller nabokommune til kystkommune. Skal du overstige den andelen, må du ha dispensasjon uansett. Dette må jeg kvalitetssikre med juristene, men jeg legger til grunn at det er dispensasjonsadgang

pst. Da kan man møte den problemstillingen, for det heter seg at 50 pst. av mannskapet enten skal bo i en kystkommune eller bo i en nabokommune til en kystkommune. Man har fjernet nasjonalitetskravet. Det vil si at det er EØS-reglementet som slår inn, og det gjør at fiskeren fra eventuelt Vigo vil komme foran fiskeren fra f.eks. Gjøvik. Kan statsråden bekrefte eller avkrefte dette? Jeg skal ærlig innrømme at nå ble jeg veldig i tvil. Det

listen. Så skal jeg selvfølgelig gjerne være med og diskutere de utfordringene som flåten har i forhold til rekruttering – det å få folk om bord i båtene. Der tror jeg vi skal gå litt bredere til verks enn bare å se på bosted – hvor folk bor. Med bakgrunn i det kan det godt være at en i forbindelse med en stortingsmelding, eller annet, kan drøfte sånne utfordringer. Men som sagt:

skje. Eg høyrer fiskeriministeren seie at ho ikkje har oppdaga at det er noko stort krav frå næringa om endringar her. Eg har vore på nokre møte i Fiskarlaget, og eg har også registrert at det har kome krav frå fleire fylke på dette området. Dette er ein regel som fiskarane

og etter mange fiskarar og reiarar sitt syn – nesten heilt utruleg. Eg trudde i min naivitet at når denne saka kom opp, ville det vere stor einigheit om at dette burde ein gjere noko med. Så høyrer eg at fiskeriministeren seier at her skal dei gjere ei vurdering, etter at fiskeriministeren har måtta innrømme at ho ikkje kan svare på spørsmål – etter mitt skjøn ganske enkle, i alle fall ut frå det vi på bygdene kallar for godt bondevit. Så får eg håpe at det kan skje noko, for eg veit at i alle fall dei som driv med fiskeri i Sogn og Fjordane, har store problem med å få dyktig mannskap til båtane sine. sine. Eg veit at det er det same problemet i Møre og Romsdal. Då synest eg at ein skal ta dette på så stort alvor at ein ser grundig igjennom denne problemstillinga og kanskje finn ut at her er det eit regelverk som gjer det svært vanskeleg for dei som skal syte for å få tak i mannskap på båtane for dei som skal syte for å få tak i mannskap på båtane – utan at dei må halde på å søkje om dispensasjon. Eg trur dei har nok med å syte for at dei får forsvarleg drift på båtane sine, om dei ikkje skal halde på å måtte søkje om dispensasjon etter noko som i alle fall eg synest er ein tullete regel. Så håper eg fiskeriministeren kjem tilbake med noko som kan bety at vi får slutt på
Neste taler er

rett og slett fordi det dreier seg om hvorvidt det er andre rettigheter knyttet til utenlandske borgere i en kystkommune enn til norske borgere i en innlandskommune. Jeg ble veldig usikker her da jeg prøvde å få et svar fra statsråden på det feltet, for det det nemlig henvises til i loven, er hvorvidt man må søke dispensasjon når man kommer over 50 pst.-en. Da står det følgende: «Imidlertid kan det etter søknad gis dispensasjon for fartøyførere med bosted annet sted i Norge, i øvrig EØS-område eller i de deler av Norden som ikke er omfattet av EØS» – altså i øvrige EØS-områder. Jeg vil gjerne ha en oppklaring fra statsråden av om man da er i den situasjon at borgere i en kystkommune innenfor EØS faktisk har sterkere rettigheter enn en person bosatt i en norsk ber om at dette blir avklart. Hvis statsråden ikke kan avklare dette nå, slik at vi er sikker på det, ber jeg i hvert fall om at Stortinget blir informert om det på en egnet måte. Jeg skal kvalitetssikre svaret, men det jeg greier å få klargjort i en passiar med ekspertene som sitter i losjen, er at det

kystkommune og en nabokommune til en kystkommune. Så som jeg sa i mitt svar – beklager at det ble litt att og fram: Er man i en kystkommune eller nabokommune til en kystkommune, er man i målgruppen. Er man utenfor, uavhengig av om man er i Norge, altså i de kommunene som ikke er definert som kystkommuner eller i Europa for øvrig, i EØS-området, er det likebehandling. Man har altså ikke fortrinn om man bor i en kystkommune i Portugal. Jeg skal kvalitetssikre det, sånn at jeg ikke roter det til. Det jeg kan si akkurat her og nå, er sånn som jeg sier det. Men jeg skal sjekke det med de fremste jurister på området.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

Det var også sånn at da forskriften hadde vært ute på høring, ville næringen gjerne gjøre en konsekvensutredning, noe som ikke var gjort med tanke på hva som ble konsekvensen av å innføre forskriften 1. januar 2013. Det fikk man nei til, og det skapte en del støy. Det skapte en del rabalder. Saken har fått stor oppmerksomhet. Det har både vært skriftlig spørsmål fra Høyre, og det ligger her et Dokument 8-forslag fra Fremskrittspartiet i sakens anledning. Det var nok klokt å gi tid til konsekvensutredning, for statsråden trekker nå tilbake forskriften og har sendt ut en modifisert utgave på høring. Så saken er i utgangspunktet stort sett bare fryd og gammen, for nå er det sånn at alle er enige om at det som skjer, er fornuftig. Da er vi egentlig kommet så langt at vi har fått lyttet til næringen. Det blir lettere å drive næringsutøvelse når politikerne lytter. Det tvisten står om nå, er faktisk om et fornuftig forslag skal avvises, eller om det klokelig skal vedlegges protokollen. Omdelt i salen er det et forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet om at forslaget vedlegges protokollen. Det tar jeg opp nå. Representanten Frank Bakke-Jensen har tatt opp det forslaget han

2011. Da kom det inn 54 høringsuttalelser. Dette viser at denne saken skaper betydelig interesse. Forslagsstillerne ønsker utsettelse av forskriften av særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardanger. Jeg viser til brev fra statsråden, hvor departementet viser til at på bakgrunn av innspill, møter og departementets vurdering, arbeides det nå med et revidert forslag til Hardangerfjordforskrift. Dette vil også bli sendt på høring før det blir tatt en endelig beslutning. Nå, mens vi var på reise i forrige uke, har jeg registrert at FHLs konsekvensutredning kom før helgen, og jeg er helt sikker på at fiskeri- og kystministeren vil se nærmere på den. På denne bakgrunn kan man tolke det slik – om man vil – at forslagsstillerne får innfridd sitt ønske om utsettelse, og på denne bakgrunn foreslår komiteens flertall at forslaget ikke bifalles. Først av alt

Det er litt spesielt – i hvert fall når man ser på historikken til forslaget – for forslaget kom som en konsekvens av at representanter fra den politiske ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet ga uttrykk for at denne forskriften ville kunne bli gjennomført. Da fremmet undertegnede på vegne av Fremskrittspartiet dette representantforslaget, altså på et tidspunkt

fordi statsråden har utsatt forskriften. De eneste som ikke har forstått det, er faktisk regjeringspartiene selv her i Stortinget, som sier at man ikke bifaller forslaget, altså det som statsråden faktisk allerede har gjort. Men som sagt: Stor honnør til statsråden for at i hvert fall statsråden gjorde det hun gjorde, fordi nå ser vi hvilke konsekvenser dette faktisk kunne få. Men min utfordring til statsråden i denne saken er: Når kan man forvente en ny tekst, slik at man vet hva man har å forholde seg til? Foreløpig har man bare fått vite muntlig at man vil revidere, at man vil se på de innspillene som har kommet. Foreløpig er i hvert fall ikke undertegnede kjent med noen ny tekst til forskrift som skal sendes ut på høring. Så jeg håper i hvert fall at statsråden i sitt innlegg vil tilkjennegi hva man kan forvente seg i denne saken. saken. Så håper jeg fortsatt at regjeringspartienes representanter i Stortinget til syvende og sist kan bli enige med sin egen statsråd og vedlegge forslaget protokollen – for det er faktisk en anerkjennelse til det som statsråden allerede har gjort.

I pressemeldinga om revisjonsrapporten står det bl.a.: «Havbruksnæringen har fått betydelige miljøutfordringer gjennom bl.a. høye rømmingstall, lakselus og omfattende tap som følge av sykdom. – Disse og øvrige miljøutfordringer er av et omfang som gjør det nødvendig å styrke havbruksforvaltningen for å sikre miljømessig bærekraft og mulighetene for Det er gledeleg at mange i næringa ser alvoret og støttar vurderingane frå Riksrevisjonen. Det er også gledeleg at aktørar i næringa har gått ut i media og etterlyst ei meir offensiv forvaltning av oppdrettsnæringa. Når det blir føreslått tiltak for å gjere næringa meir berekraftig, er det alltid fokus på dei negative konsekvensane av tiltaka, men vi må ikkje gløyme dei langt større, negative konsekvensane dersom vi ikkje klarer å få tiltaka til å verke og vi får eit problem med berekraft i heile næringa. Skal næringa bli berekraftig, må vi ha klare og etterprøvbare mål for berekraft, og vi må ta i bruk nødvendige tiltak for å nå desse måla. Dei som argumenterer sterkt mot nødvendige tiltak, må ha eit medansvar for argumenterer sterkt mot nødvendige tiltak, må ha eit medansvar for å føreslå alternative tiltak med minst same effekt. Noko anna blir ei lett ansvarsfråskriving. Det ser vi ein god del av hos dei som argumenterte for denne saka – dei er veldig opptekne av dei negative konsekvensane av tiltaka, men dei kjem ikkje fram med alternative tiltak som kan ha ein tilsvarande effekt. Det er viktig å ha med seg dette perspektivet i den vidare behandlinga av

I brevet som statsråden har sendt komiteen i denne saken, viser hun til at departementet på bakgrunn av innspill, møter og departementets vurdering nå arbeider med et revidert forslag til Hardangerfjordforskrift. Dette forslaget vil også bli sendt på høring før det blir tatt en endelig beslutning. Dette innebærer i realiteten en utsettelse av den saken vi nå debatterer. På denne bakgrunn foreslår komiteens flertall at forslaget ikke bifalles.

jeg rundhåndet med regjeringspartienes medlemmer i næringskomiteen. Jeg har selvsagt hatt tett dialog med dem i denne saken. Det er flere hensyn som skal veies opp mot hverandre når myndighetene tar grep i Hardangerfjorden – hensynet til ville laksestammer, villaksnæringen og fritidsfisket, samt hensynet til verdiskaping, sysselsetting og produksjon i oppdrettsnæringen. Utfordringene i Hardangerfjorden er mange, men de er i hovedsak knyttet til at villaksstammene har vært svært

og ifølge tall fra Fiskeriderektoratet er i overkant av 650 personer sysselsatt direkte i havbruksnæringen i Hordaland. Oppdrettsvirksomheten i området har stor betydning for sysselsetting, næringsutvikling og nasjonal og lokal verdiskaping. Våren 2008 besluttet Fiskeri- og kystdepartementet å regulere påvirkningene fra oppdrett ved at biomassen av oppdrettsfisk i Hardangerfjorden skulle fryses. Det ble også besluttet at frysvedtaket skal erstattes med en forskrift som sikrer at den til enhver tid stående biomassen ikke overstiger 50 000 tonn fisk. Dette er tilnærmet lik biomassen som var i sjøen forut for frysvedtaket. Det har vært en krevende prosess med å finne en hensiktsmessig og rettferdig måte å begrense den til enhver tid stående biomassen i Hardangerfjorden. Gjennom to høringsrunder, flere møter med næringen, miljøinteresser og lokale politikere samt departementets egne undersøkelser, har en rekke hensyn blitt belyst og redegjort for. Blant annet på bakgrunn av innspillene vi mottok i siste høringsrunde våren 2011, har departementet jobbet med et nytt utkast til Hardangerfjordforskrift. I FHLs konsekvensutredning er det foretatt en ytterligere analyse av næringsøkonomiske konsekvenser ved forskriftsforslaget som var på høring våren 2011. Jeg vil selvsagt se nærmere på disse vurderingene og ta med meg fakta fra rapporten i det videre arbeidet med hvordan den stående biomassen i Hardangerfjorden skal avgrenses.

Jeg er innforstått med at regulering av den stående biomassen i Hardangerfjorden vil kunne få samfunns- og næringsmessige konsekvenser i området. Men, som jeg har sagt før, havbruksnæringen og villfiskinteressene må kunne leve side om side – også i Hardangerfjorden. Jeg vil likevel minne om at den løsningen som fastsettes i forskrift, ikke vil bli hogd i stein. Når den miljømessige tilstanden i Hardangerfjorden bedrer seg,

slik at det vil kunne få enorme konsekvenser for hele næringen i den fjorden? Det er spørsmål nummer én. Mitt andre spørsmål til statsråden er som følger: Statsråden sier ingenting i innlegget sitt om når man eventuelt kan forvente å få en ny sak sendt ut på høring. Vi er alle enige om at det er et stort press i Hardangerfjorden knyttet til oppdrett, et veldig stort press. Men man må også ha gode og langsiktige rammevilkår. Kan statsråden si noe om når man forventer at et nytt utkast vil komme? Jeg skal være forsiktig med å være eksakt på dato i denne saken, for det er en sak som har vært krevende, og den har ikke blitt enklere, la meg være ærlig på det. Vi må veie alle hensyn opp mot hverandre, og det må vi gjøre grundig og skikkelig. skikkelig. Nå har vi akkurat fått rapporten som FHL har bestilt, i hus. Den skal vi selvsagt gi rettferdighet og gå grundig gjennom. Jeg har bare så vidt skumlest litt i den og ser at det er mye tall og mye som kommer der som vi selvfølgelig skal ta med oss. Det som Mattilsynet skal evaluere, er de sonene som de har hatt. Det er ikke noe forslag om å komme med noe nytt, som er gjort kjent for meg i alle fall, nå er det Mattilsynet selv som har ansvaret for de sonene. Det må diskuteres med oss, men det de skal gjøre, er å evaluere og se effektene av det regimet som har vært i Hardangerfjorden. Så får vi komme tilbake til det når de har gjort det. Vi har diskutert havbruksnæringen en rekke ganger i denne salen. Mange ganger er

og den gangen husker jeg vi hadde en debatt om hvordan vi kunne forholde oss til de mange forskjellige instituttene og etatene som hadde noe å si om akkurat denne næringen. Alle har vært enige om – i mange innlegg – at faktabasert forvaltning er viktig for denne forvaltningen. Mitt spørsmål til statsråden er: Synes statsråden at den konsekvensutredningen som var ønsket fra næringen i denne saken, er et nyttig verktøy med hensyn til å utarbeide

at man agerer på den måten, og det står statsråden til ære at hun trakk tilbake forskriften da hun så det fornuftige i dette. Da blir det merkelig at vi får et innlegg fra representanten Holmelid fra SV, der man forfekter det gamle prinsippet om at hvis man bare trekker føre-var-prinsippet så langt at man unngår å få tak i kunnskap, så er man For her er det ikke slik som Holmelid prøver å antyde, at det er de politiske partiene i denne salen som prøver å forsere saken på bekostning av miljøet. Her er det en engasjert næring og engasjerte politikere som har sagt at de må ha kunnskap for å få den best mulige løsningen, for å få den best mulige forskriften, den riktigste forskriften. Heldigvis er det slik at statsråden er enig med oss, og så får statsråden heller gå opp og

For det ble stor uro og store problemer, også knyttet til lokaliteter. Hvis man gjør dette og man lukker deler av det og tar det ned, er spørsmålet mitt: Har man tilstrekkelig med lokaliteter i andre områder for dem som eventuelt mister retten til å kunne foreta dette? Vi ser fram til at vi får den faktabaserte biten lagt til grunn. Det er ingen målsetting at man skal ha mest mulig oppdrett for enhver pris,

og vi vet at det er tiltak som må settes i verk for å få kontroll over situasjonen knyttet til lus og til rømning over hele kysten. La oss få fakta, og la det ligge til grunn før vi treffer våre beslutninger om reguleringer. Da har vi i hvert fall et bedre grunnlag å diskutere ut fra. Eg har jobba med forsking i heile mitt liv, så eg er van med å ha med fakta å

fakta om konsekvensar av tiltak er éin type fakta, og fakta om konsekvensar av ikkje å gjere tiltak er ein annan type fakta, og det er den typen fakta som Frank Bakke-Jensen har ein tendens til å gløyme, og som bl.a. Riksrevisjonen peiker på. Eg går ut frå at Frank Bakke-Jensen ikkje meiner at Riksrevisjonen ikkje fer med fakta. I Vett og Uvett sier man at det er

kunnskap og fakta. Så skal jeg være helt enig i at vi kan lage en lang rekke med prosesser hvor vi kan hente kunnskap, og en lang rekke av hva slags faktabasert materiale som kan ligge der. Men hvis man ikke konsekvensutreder, ikke innhenter kunnskap, da har man ikke alle fakta til stede. Det må være soleklart. I grunnen synes jeg dette begynner å utvikle seg til en merkelig og

man har ivaretatt det som er ønsket fra representanten Nesvik. Det har vært en god prosess, på den måten at statsråden har tatt alle innspillene med seg, venter litt og setter i gang flere prosesser. Det er faktisk sånn at det er statsråden som nå bestemmer prosessen videre. Representanten Harald T. Nesvik har flere prosesser. Det er faktisk sånn at det er statsråden som nå bestemmer prosessen videre. Representanten Harald T. Nesvik har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Bare slik at det er helt klart slått fast: Fremskrittspartiet har gitt honnør til statsråden for det som statsråden har gjort.

Det jeg vil presisere, gjelder spørsmålet om hvorfor vi ikke konsekvensundersøkte i forkant. Det vi gjorde, var faktisk å utfordre næringen til å komme med et alternativt forslag: Hvis næringen hadde fått bestemme, hvordan ville de ha gjort det? Næringen har ikke kommet opp med et klart alternativ, og det viser vel også for all verden at dette kan være en krevende sak. Jeg har ikke utsatt noen sak, men vi bruker den nødvendige tiden på nå å utarbeide et nytt forslag, som igjen blir sendt på høring. Igjen er det selvfølgelig for å få tilbakemeldinger på det vi da

kunnskapsmaterialet før forskriften trådte i kraft. Det er jo det statsråden har tatt til følge. Statsråden har da registrert at det var et godt poeng. Man er enig med næringen i at dette var klokt, og utsatte forskriften i påvente av å få mer kunnskap – kunnskap som man nå får i konsekvensutredningen. Så at næringen ikke har kommet med noe, tror jeg nesten ikke
Representanten Lillian Hansen har hatt ordet to ganger før i denne debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Nettopp! Nå håper jeg at mindretallet merker seg det jeg sier nå, og som statsråden nettopp sa på talerstolen. Statsråden har ikke bedt om utsettelse i denne saken, men tar seg bedre tid. Flere har ikke bedt om ordet til

om ordet til sak nr. 2. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på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
har fullt så god

ønsker at man skal få like muligheter innenfor næringen – dvs. at man vil fjerne de forskjellene som ligger der, og at man skal legge det som på folkemunne heter 3+3-prinsippet, til grunn i forbindelse med strukturering. I dag har man flere forskjellige ordninger. Man har 2+2, 3+1, og i tillegg har man også andre som ikke får strukturere i det hele tatt. posisjonen, regjeringspartiene, på en glimrende måte kommer til å gjøre rede for sitt eget syn, så jeg vil bruke resten av min taletid til å si noe om mindretallets forslag. Det er viktig når man går inn og skal strukturere innenfor fiskeflåten, at man har mest mulig like rammevilkår – hvis ikke blir det forskjeller knyttet til bl.a. finansieringen av fiskefartøy og fartøyenes muligheter til å kunne forsvare de kapitalutgiftene som påløper i forbindelse med nybygg. Sånn er det ikke i dag. Det er helt klart at de som kommer inn under den gamle ordningen, har bedre muligheter og andre forutsetninger for lønnsomhet enn de fartøyene som i dag prøver å komme inn og få Derfor er det viktig at vi går tilbake og sørger for, som det framkommer i forslag nr. 1, fra mindretallet: «Stortinget ber regjeringen sørge for like struktureringsmuligheter for kystfiskefartøy over 15 meter.» Videre ber man også «regjeringen fremme forslag om en struktureringsordning også for den minste delen av fiskeflåten som i dag ikke har denne typen ordninger», og at man skal legge dette fram for Stortinget i løpet av våren 2012 dette nettopp for å se på hvordan vi kan øke lønnsomheten også i den minste delen av flåten. Norges Fiskarlag har bl.a. også vært inne på dette og, så vidt jeg vet, også vedtatt det på sitt årsmøte. Videre har også Fremskrittspartiet fremmet forslag om å be «regjeringen sørge for at kvotetaket for banklineflåten økes til Her er jeg litt spent på å høre statsråden, og jeg kommer til å lytte intenst til statsrådens innlegg i denne saken. Vi er kjent med at det har vært flere møter der man har kommet med sine innspill. Det er viktig at man klarer å få dette på plass. Jeg håper at statsråden kan si litt om akkurat dette, om det er bevegelse i denne saken. Dette er en del av næringen som sliter med å få opp lønnsomheten. Det er og det er en flåte som har et stort behov for fornyelse. Det er også viktig i forbindelse med denne typen strukturering at man ikke går utover fartøygruppen. Man skal holde seg innenfor gruppen. Det vil si at man vil ikke ta fra andre for å tildele denne fartøygruppen, men man vil be om å få strukturere innenfor gruppen. Jeg håper statsråden kan si litt om denne saken. Fremskrittspartiet vil, hvis vi er fornøyd med innlegget til statsråden, eventuelt foreslå at forslaget oversendes uten realitetsbehandling. Ut fra dette tillater jeg meg å fremme alle de forslag Fremskrittspartiet enten er med på eller er alene om. Representanten Harald T. Nesvik har tatt opp de forslag han refererte til. I Norge har vi en lang historie med ulike strukturtiltak i fiskeflåten, og det er viktig at strukturordningen vurderes og diskuteres i forhold til

næringer. For det andre skal ordningen bidra til bedre å tilpasse kapasiteten i flåten til ressursgrunnlaget. Regjeringen har beskrevet sin strukturpolitikk – som det er sagt noen ganger – i St.meld. nr. 21 for 2006–2007. I strukturmeldingen konkluderes det med at det er behov for å videreføre strukturordningen i framtiden, men at det også er et politisk ansvar å være oppmerksom og ta stilling til om man kan og vil akseptere de virkningene ordningen antas å få eller viser seg å ha hatt. Det er et politisk ansvar å finne den rette balansen mellom bedriftsøkonomiske og samfunnspolitiske hensyn. Strukturspørsmålet handler dermed om hvordan framtidens norske fiskeflåte skal se ut, og det er åpenbart at dette er det sentrale spørsmål i norske fiskeripolitiske debatter. Så er det mange meninger om struktur i fiskeflåten. Forslagsstillerne problematiserer f.eks. ikke forhold som omhandler økt økonomisk terskel for nyrekruttering til yrket ved økt strukturering. På TV 2-nyhetene 8. mars var det et innslag som gikk på at inngangsbilletten for unge til å komme inn i fiskeryrket er veldig høy. Jeg oppfattet akkurat det som problematisk i intervjuet med en ung fisker. Først skal det reises kapital til å kjøpe båt og bruk, og deretter skal det investeres i kvoter, hvis det er noen til salgs. En slik kvote varierer i pris, men denne varen er ikke billig. Det kan rett og slett bli for dyrt for en ungdom som ønsker seg inn i næringen, ifølge En annen konsekvens ved strukturering er at det mest sannsynlig vil bli en konsentrasjon av kvotene, mest sannsynlig en sentralisering av kvoterettighetene på færre steder og på færre hender. Vil færre båter føre til f.eks. mindre forutsigbarhet for landanleggene som baserer seg på råstoff fra kystflåten? Det hadde vært interessant å høre hva forslagsstillerne mener om dette. Så er det sånn at denne saken skal omhandle like strukturmuligheter for kystfartøy over 15 meter. Da synes jeg det er litt rart at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti i mesteparten av sin merknad konsentrerer seg om å argumentere for situasjonen i ringnot- og banklineflåten. Meg bekjent defineres ikke denne fartøygruppen under fartøygruppen kystfiskeflåte, som slutter på 28 meter. Jeg mener at det er en Flertallet i næringskomiteen slutter seg til statsrådens konklusjon om at det er viktig å sikre stabile og forutsigbare rammevilkår for næringen, og at de sentrale elementene i regjeringens strukturpolitikk ligger fast. Det samme flertallet understreker at regjeringens strukturpolitikk ligger fast, slik den er beskrevet i stortingsmeldingen og i den politiske plattformen for

på 1980-tallet. Med en så stor båt fisker man i dag i hvert fall dobbelt så mye som det man gjorde den gangen. Det er også sånn at uansett hvilken primærnæring vi ser på, går antallet utøvere ned, det være seg landbruk, det være seg reindrift, det være seg fiskeri. Det er mange grunner til det. Modernisering er faktisk en av grunnene. Man bruker mindre mannskap, mindre mannskraft for å gjøre den samme jobben i dag enn det man gjorde for ikke veldig, veldig mange år siden. Det er også sånn at en av de aller viktigste tingene unge mennesker ser på i en næring – hvis den skal være attraktiv – er at den bærer preg av at det er en rettferdig inngang til den. Sånn er det dessverre ikke i kystflåten i dag. Det er ikke sånn at forvaltningen er rettferdig, i den forstand at alle kan få lov å opparbeide seg like stor lønnsomhet i